og på ingen måte verken er mineralsk eller olje – dette er ingen mineralolje. I den debatten som har foregått i mange sammenhenger, også i denne sal, som har handlet om mangel på realfag og realfagfolk, begynner jeg nesten å etterlyse det samme – og helt tydelige – behovet i Finansdepartementet og i Toll- og avgiftsdirektoratet. avgiftsdirektoratet. Her legger man altså en avgift på en ting som beviselig ikke henger sammen med verken navn eller intensjoner på den avgiften man bruker. Effekten av det er at miljøet taper, og storbyene må under vanskelige vinterforhold, når det er kaldt, pålegge kjøreforbud og kjørebegrensninger. Det har en kostnad,

astma og allergi, plager som mange opplever, men som man dessverre ikke er villig til å gjøre noe med ved å bruke noe så enkelt som avgiftsregimet for å gjøre et rasjonelt og fornuftig drivstoff tilgjengelig til en fornuftig pris, og dermed også løse miljøproblemene i byene. Så registrerer jeg at i denne debatten blander man inn veldig mange rare ting. Jeg merker meg at representanten Lundteigen her fra denne talerstolen snakker om fornybart og ikke-fornybart karbon. Jeg klarte ikke helt å forstå hva vi snakket om i den sammenhengen. Poenget her er: Ja det er riktig at drivstoffet som sådant ikke er fornybart. Det er altså begrensede mengder med naturgass der ute, men det er store mengder av dem, veldig store mengder av dem, og vi pumper dem opp av Nordsjøen. kunne brukt den på norske biler. Både økonomisk, kostnadseffektivt og ikke minst helse- og miljømessig hadde dette gått hånd i hanske, men nok en gang viser regjeringen sitt sanne jeg, og hensynet til statens inntekter går foran miljøet.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

fisk. Realiteten er at vi opplever litt turbulente tider der ute. Det er høy arbeidsledighet, lav økonomisk vekst, og kjøpekraften går ned i ett av våre viktige områder for fiskerieksport. Derfor er det viktig at vi nå kan få på plass en garantiordning som gir Fiskeri- og kystdepartementet fullmakt til å kunne reetablere den tidligere garantiordningen for driftskreditt mellom Innovasjon Norge og Norges Råfisklag på 320 mill. kr, hvorav 240 mill. kr er statens andel. Det er en ordning som vil kunne vare ut året, og som vil kunne benyttes i den situasjonen som er, med et turbulent marked. Dette er en viktig sak for å sikre omsetning av norsk fisk og ikke minst sørge for at fiskerne får levert den fangsten som de tar opp av havet. Jeg vil selvfølgelig derfor anbefale Stortinget å gå inn for den enstemmige innstillingen fra næringskomiteen. Med den anbefalingen er også debatten under sak nr. 20 avsluttet. Da er Stortinget klar til å gå til votering over sakene på dagens kart. Under debatten er

Det voteres

Fremskrittspartiet Det voteres